og innvilges. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik: For Akershus fylke: Anne Odenmarck 12.–13. november og Arve Helseth 14. november For Oppland fylke: Ivar Odnes Anne Odenmarck og Ivar Odnes er til stede og vil ta sete. Representanten Kjell Ingolf Ropstad vil framsette et representantforslag. På vegne av representantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om en handlingsplan mot antisemittisme. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Presidenten drister seg til å si at hun antar at det ikke blir noe særlig debatt i de sakene som er til behandling i dag, og at det er grunn til å anta at det blir votering om kort tid, slik at man kanskje blir sittende i salen. Det skal velges to nye medlemmer til fullmaktskomiteen til erstatning for medlemmer som har trådt inn i regjeringen. Presidenten ber om forslag på nye medlemmer. Jeg foreslår Ulf Leirstein og Bente Thorsen. Representantene Ulf Leirstein og Bente Thorsen er foreslått

Men det har også vært nødvendig å oppdatere reglementet for åpne kontrollhøringer slik at det er tilpasset de nye og generelle reglene om høring i forretningsordenen. Det gjelder mulighetene som mindretallet har i komiteene til å foreslå åpen høring, og mulighetene som da ligger i å anke dette inn for presidentskapet av flertallet. Dette gjelder ikke for kontrollkomiteen, som har Så har det videre vært behov for å presisere at det i forbindelse med den nye bestemmelsen i forretningsordenen om komiteenes mulighet til å reise inntil to debatter om et tema innenfor komiteenes ansvarsområde, § 22 siste ledd, ikke åpnes for framsettelse av forslag og avstemning. Det lå implisitt i formuleringen, men for å være helt sikker på at det ikke skal oppstå noen tvil om det, blir det tatt inn og presisert at det ikke er tillatt å reise forslag til avstemning under

og presisert at det ikke er tillatt å reise forslag til avstemning under denne type debatter. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Presidenten vil understreke at de neste sakene som skal behandles, ikke har ligget ute i den reglementsmessige tiden, dvs. 48 timer. Med hjemmel i forretningsordenen § 46 vil presidenten foreslå at Stortinget likevel behandler disse sakene nå. – Ingen innvendinger er kommet

Siden referatet er omdelt på representantenes plasser, vil ikke presidenten lese opp de ulike fordelingene, med ett unntak. Det gjelder Rammeområde 1, kap. 503, 510, 520, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 545, 546, 3510, 3525, 3531, 3533 og 3540, som i referatet er foreslått sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, men

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet